President: Olemic Thommessen Stortinget fortsetter behandlingen av sakene nr. 1–5 på dagsorden nr. 29. Representanten Marianne Marthinsen lét seg tidlegare i dag provosere av Senterpartiet sine merknader om EØS-midlar i innstillinga. I innleiinga til EØS-avtalen er det slått fast at EØS-avtalen skal opprettast på grunnlag av likskap, gjensidigheit og ein samla balanse av fordelar, rettar og plikter frå avtalepartane. Noreg sine aukande utgifter til EØS-midlar og EFTA-organ ber ikkje preg av ein slik balanse. Det finst få – truleg ingen – døme der ein part vert pressa til å betale pengar til ein annan part for at partane skal kjøpe og selje varer og tenester til kvarandre. At ein part må betale for gjensidig marknadstilgang, bryt med prinsippet i EØS-avtalen om gjensidigheit og balanse av rettar og plikter. Noreg kan motverke fattigdom meir effektivt på andre måtar enn gjennom å gi løyvingar til EØS-midlar. Europameldinga stiller spørsmål ved om og eventuelt i kor stor grad det tener i levekår. I Riksrevisjonen sin rapport frå 2013 slår ein fast at det er usikkert i kor stor grad det kan dokumenterast at dei norske EØS-midlane har medverka til sosial og økonomisk utjamning. EØS-midlane har dei siste åra vorte nytta til mange ulike – til dels kuriøse – føremål. Døme på bruk av midlane strekkjer seg frå oppussing av landemerke på torget i Krakow, maritimt museum i Gdansk, flaggermusprosjekt i Romania og kunstklubb i Hellas. Så har heldigvis regjeringa sagt at ein større del no skal nyttast til å sikre flyktningar som kjem til Europa, betre kår. Det er i alle høve ein fornuftig bruk av desse midlane. Regjeringa føreslo i budsjettet omfattande kutt i norske bistandsløyvingar og i tilleggsmeldinga desto meir. Bistandskuttet regjeringa føreslo, handla òg om kutt i allereie inngåtte avtalar, og det var det paradokset Senterpartiet påpeika, at medan regjeringa på den eine sida tek til orde for omfattande kutt i norsk bistand til dei fattigaste, går ein ikkje til slike steg i høve til EØS-midlane. Der går ein inn i ein avtale om auka løyvingar i same tidsperiode, eigentleg. Noregs betaling til EØS-midlar står ikkje i høve til utviklinga i løyvingar til norsk bistand, og det må vere lov å påpeike i ei innstilling. Det er som kjent slik at ein har ein samla pott, og med grunngiving i at EØS-midlane skal gå til å gi betre levekår og auka levestandard, er det ikkje irrelevant å dra slike samanlikningar. Norske styresmakter har heile tida presisert at Noreg ikkje har ei formell plikt til å vidareføre ordninga med EØS-midlar, og me har ikkje noko forplikting utover at ein ønskjer å bidra, på same måten som Noreg ønskjer å bidra med bistandsmidlar til dei som treng det mest.

ut fra tanken om at konsentrasjon kan gi større effekt der vi bidrar. Samtidig støter vi fort på problemer fordi vi i land som da går ut av fokusgruppen, har hatt bistand som omfatter viktige områder – Latin-Amerika er et eksempel, Balkan et annet – og godt styresett og utvikling av sivilsamfunn er viktige brikker i arbeidet med å få demokratiet til å festne seg. Men det er ikke et argument mot debatt, tvert imot, det er et argument for debatt. Et annet forhold er næringsutvikling og arbeidsplasser. Da vi på 1980-tallet tok til orde for å trekke norsk næringsliv med ut i utviklingspolitikken, møtte det sterk kritikk. Næringsliv og utviklingsbistand skulle holdes atskilt. Fortsatt henger dette igjen i manges tenkning. Vi hører mye kritikk av Norfunds investeringer i budsjetthøringene fra sivilsamfunnet, men energiforsyning er også en forutsetning for utvikling. Tenk hva vannkraften betydde for utviklingen i Norge på 1900-tallet! Men under den kritikken ligger egentlig en dragkamp om budsjettpengene. Uansett størrelse på bistandsbudsjettet, vil det alltid være behov for mer til utdanning, helse, klima, jordbruk Da utenrikskomiteen i forrige periode var i Kina, i 2010 – det var litt tidligere på høsten enn på denne tiden, for å si det sånn – møtte vi en professor i statsvitenskap, og han sa at Kina vil gi verden to ting: Det ene er en ny demokratimodell, og det andre er en ny utviklingsmodell – den bistanden dere driver med, virker ikke. Det er et tankekors at de land som har hatt den sterkeste økonomiske utviklingen, er land som ikke har vokst på grunnlag av utviklingshjelp, men på grunnlag av egne ressurser, store investeringer og handel. Dette er erfaringer som vi også må ha med oss i debatten om utviklingspolitikken, tilpasset en ny tid, sammen med en videreutvikling av det vi allerede driver med, Olje for utvikling, Fisk for utvikling, Skatt for utvikling, altså eksportere våre gode erfaringer som har bidratt til utvikling. Om vi nå kunne bli enige i denne sal om at 1 pst. av BNI er fundamentet for vårt omfang av utviklingsbistand, slik det har blitt i Storbritannia på 0,7 pst., tror jeg det også blir lettere å konsentrere debatten om innhold og kvalitet.

I Libya lyktes de med å bli kvitt Gaddafi, men i dag er landet i total oppløsning. Tunisia er unntaket der det ikke har gått galt, men det er ikke noe som har skjedd av seg selv. Det er fordi de har hatt et sterkt sivilsamfunn og folkelige bevegelser som har tatt ansvaret. Sivilsamfunn er ikke noe man kan bli pådyttet, det er noe man må skape Men Norge og andre land kan være med og gi gode råd, bidra med folk og med økonomi. Det er effektiv og god bistand. Det var kirken og fagbevegelsen som stod i front i arbeidet mot apartheid og med innføringen av demokratiet i Sør-Afrika, blant annet med støtte fra den norske fagbevegelsen og kirken. Det var fagbevegelsen i Sør-Amerika som fikk militærdiktaturer til å bli progressive demokratier. demokratier. I Tunisia var det altså fagbevegelsen sammen med andre organisasjoner som tok initiativ til prisen vi akkurat var med på å hylle. Det er et paradoks at om utenriksministeren hadde fått gjennomslag for sitt budsjett, hadde vi gått rett fra å klappe i Rådhuset til å komme til Stortinget og kutte over 1 mrd. kr til sivilsamfunnet. Jeg er glad for at alle partiene i opposisjon til Høyre og Fremskrittspartiet har avvist dette store kuttet, og at regjeringen i dag ikke får gjennomslag for sitt forslag. Jeg er likevel overrasket over at det gjennom budsjettforliket har kommet et nytt kutt som rammer fred og forsoning. Det er noe dette stortinget ikke burde vært med på i dag. Vi har krevende situasjoner i mange land i verden. Jeg er redd for at vi bruker for mye av tiden på å diskutere bare der det virkelig brenner, og ikke alle stedene hvor det kan gå galt. For å bekjempe ekstremisme, flyktningstrømmer og krig kan vi ikke tillate oss selv bare å se på områdene som ikke er aller verst. Vi må også se på alle områdene som fortsatt trenger vår støtte, som Tunisia og Libanon – sårbare land i den arabiske delen av verden – som Balkan, som ligger i vår verdensdel og i disse dager går tøffe tider i møte. Nyhetskameraene er ikke der. Det gir ikke nødvendigvis store oppslag i avisen å gi støtte til det, men det er allikevel noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å være med på å skape en sikrere og mer rettferdig verden. Jeg tar ordet fordi jeg i løpet av debatten har registrert at det er

Når selveste utenriksministeren lot være å si noe om dette interesseområdet i sitt innlegg, er det grunn til å spørre om regjeringen virkelig mener det de sier og skriver om nordområdene. Og det er absolutt verdt en kommentar fra denne talerstolen. Representanten Alexandrova henviste til konjunkturbarometeret som bevis på at det skjer mye positivt i nord, og det er vi hundre prosent enig i, men det skjer ikke på grunn av – mer til tross for – regjeringens nordområdesatsing. Det er frykt for at regjeringens næringspolitikk på flere områder kan påvirke denne positive utviklingen negativt. Jeg kunne i denne forbindelse nevnt sterk reduksjon i regionale utviklingsmidler og flyseteavgiften, men jeg skal la være. Vårt svar til dem som gir uttrykk for at det skjer lite i nord under denne regjeringen, er at nordområdesatsingen heldigvis er så godt forankret fra regjeringen Stoltenbergs side at den nok overlever noen få år med Høyre–Fremskrittsparti-regjering. Det vi nemlig ser, er at den oversikten representanten Alexandrova henviser til i sitt innlegg, er smekkfull av tiltak som den rød-grønne regjeringen vedtok i sin periode. Summerer vi dem, blir tallene store. store. Når vi spør Finansdepartementet om hvilke tiltak som skjuler seg bak tallene representanten henviser til, finner vi for 2016 tiltak for vel 500 mill. kr, som er en videreføring av tidligere Men summen for nye tiltak er vel 296 mill. kr, der ett av tiltakene er penger til å finansiere jordobservasjonsprogrammet Copernicus til vel 138 mill. kr, et tiltak som forresten ble vedtatt mot regjeringens stemmer i denne sal. Så burde det sies at alle de andre nye tiltakene som listes opp, er gode tiltak. Oppsummert er jeg bestemt på at vi har våre ord i behold, altså våre påstander om at

Representanten Tvedt Solberg forsøker – som også andre fra Arbeiderpartiet har gjort, om ikke i denne debatten – å skape et bilde av at regjeringen har snudd i spørsmålet om atomvåpen. Det stemmer ikke. Norge spiller en aktiv pådriverrolle for å komme nærmere målet om en verden fri for kjernevåpen. Jeg savner litt partiledelsen, om de vil avklare hvordan en arbeiderpartiledet regjering ville ha stemt i resolusjonen under FNs generalforsamling nylig. Jeg har gjennom Klassekampens debattspalter ikke fått svar på mitt spørsmål om Arbeiderpartiet ville gått inn for et forbud mot atomvåpen – Norge ville i tilfelle vært eneste NATO-land. Jeg tror neppe en arbeiderpartiregjering ville gjort det. Norge forpliktet seg gjennom vedtak i 2010 og bekreftet på toppmøtet både i 2012 og i 2014 å arbeide for en verden uten kjernevåpen. Men så lenge disse våpnene fins, vil også NATO være en kjernefysisk allianse. Det er en politikk den rød-grønne regjeringen støttet og fremmet. Dagens regjering slutter selvsagt opp om det faktabaserte og humanitære nedrustningsalternativet som den forrige regjeringen sto bak. Det er ikke et linjeskifte, det er en videreføring av norsk politikk. Derimot har imidlertid Østerrike sammen med Mexico og Sør-Afrika brakt det humanitære initiativet over i et annet og polariserende spor. Målet er nå internasjonale forhandlinger for å forby kjernevåpen. Dette gjorde det umulig for samtlige NATO-land å støtte den pakken av resolusjoner som disse tre landene fremmet under FNs generalforsamling. Arbeiderpartiet har også vært uklare på hvordan man vurderer denne endringen av forslaget om det humanitære initiativet, som vi altså begge har støttet tidligere, men som nå tas inn i en helhet om å forby atomvåpen. Dermed er det i så fall Arbeiderpartiet som har snudd, hvis det er riktig som representanten Tvedt Solberg sier, at en nå åpner opp for å støtte resolusjoner som utgjør en pakke hvor et forbud mot atomvåpen ligger under. Regjeringen fører en ansvarlig sikkerhetspolitikk. Vår solidaritet ligger hos våre allierte. Det er særskilt viktig i den sikkerhetspolitiske situasjonen som råder i dag. Vi kan ikke skape en millimeter av kile mellom våre allierte og oss. I alle fall vil ikke denne regjeringen bidra til det. Det er heller ikke riktig at Norge ikke støttet viktige resolusjoner om nedrustning. Norge stemte for elleve resolusjoner om kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning i FN. En av disse vektlegger målet om en verden fri for kjernevåpen, og løfter også fram den humanitære dimensjonen. Jeg har registrert at ledende arbeiderpartitalsmenn og -kvinner sier at de ikke ønsker en ensidig nedrustning fra NATOs side, men en balansert og gjensidig nedrustning fra atommaktene. Så der er vi helt

for nedrustning i verden. Vi bør kjempe mot atomvåpen, og vi bør støtte spesielt de humanitære initiativene som er viktige for nedrustninga og nedrustningspolitikken. Vi oppfatter at regjeringa har gjort et skifte, et skifte som Venstre ikke støtter. Da spørs det hvem andre som skaper det flertallet som regjeringa påberoper seg å ha i den saken. Men det var ikke det jeg egentlig tenkte å ta ordet for. Jeg tenkte å ta ordet i forbindelse med et forslag som SV har kommet med i salen, og som jeg syns er litt leit kommer i denne saken og i salen – at man ikke kom på det før, når man har hatt den grundige budsjettbehandlinga vi har hatt. Venstre er enig i alle intensjonene i forslaget, men vi har jevnlig vedtak i Stortinget der vi lager regelverk for våpensalg. Da slår vi også fast disse prinsippene, så jeg syns det er veldig underlig at dette skulle komme utenom tur og utenom de sakene vi har, så lenge SV også er representert i komiteen og kunne ha fremmet det i sammenheng med de sakene vi behandlet. Jeg finner det ikke naturlig å stemme for dette nå, men viser til at alle disse prinsippene er vi for og støtter gjerne. Derfor syns vi det er dumt at de fremmes sånn, for da virker det som vi ikke er for noe vi er for. Men vi kommer til å ta det opp når de sakene knyttet til eksport kommer og skal behandles i den vanlige årlige rytmen dette stortinget har der vi behandler
har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

innlegg i dag og sier at han ikke bryr seg om nordområdepolitikk, samtidig som deres egen leder har stått på den samme talerstolen i dag, og heller ikke snakket om nordområdepolitikken. Jeg synes det er viktig at vi snakker opp den veksten som er i Nord-Norge, som konjunkturbarometeret viser med tydelighet. Det viser er sjømat, råvarebasert industri og turisme de viktigste næringene. Dette er næringer i vekst, og det er med god tilrettelegging fra denne regjeringen med denne regjeringens politikk. I spørsmålet om atomvåpen er

og som tar dag-til-dag-beslutninger i FN og i andre internasjonale organisasjoner. Jeg ønsker ikke en situasjon hvor det er Stortinget som bestemmer hvilke resolusjoner man skal stemme for, hvilke besøk man skal arrangere – det må det tilligge regjeringen å beslutte. Så jeg ønsker ikke en detaljstyring i den retning. Jeg var ganske klar i mitt råd til utenriksministeren, og det var å stemme for en av disse resolusjonene ikke den som omhandlet forbud, selv om flertallet i denne salen også ønsker et langsiktig arbeid for et internasjonalt forbud, men en resolusjon som var noe mer uforpliktende, men som gikk til støtte for det humanitære initiativet. Jeg ble utfordret av Halleraker. Hva ville Arbeiderpartiet stemt hvis vi satt i regjering? Jeg skal være forsiktig med å si det helt sikkert, nettopp fordi regjeringen til enhver tid sitter med full kunnskap om hva de

da FN tok stilling til disse ulike resolusjonene. Hvis det var slik at man ikke ville stemme for dem, ja så burde Norge fremmet forslag til en annen resolusjon, som viste at man hadde initiativ i dette arbeidet. Men når jeg hører på representanten Halleraker og den offensive holdningen han har, på et mindretall i denne salen, føler jeg meg ganske sikker på at regjeringen trenger ytterligere veiledning i spørsmålet om atomvåpen og hvordan det skal utformes.

i utenrikskomiteen ligger det nå en stortingsmelding – Meld. St. 8 – som er den årlige eksportkontrollmeldingen for eksport av forsvarsmateriell. Hvis man skulle ha fremmet et slikt forslag, eller tatt opp problemstillingen om å forsterke kravet til eksport av forsvarsmateriell når det gjelder brudd på menneskerettigheter, når det gjelder overgrep mot egen befolkning, eller borgerkrig osv., altså ytterligere utover det som Stortinget tidligere har gjort, må det nesten gjøres ved behandlingen av Meld. St. 8 som altså skal ut på høring rett over nyttår, og som det er lagt opp en tids- og arbeidsplan for. Representanten Liv Signe Navarsete har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

Det humanitære initiativet er borte frå dagsordenen. Det er trist, og eg vil seie meg samd med leiaren i komiteen, Anniken Huitfeldt, som sa at ein må finne ei retning på det vidare arbeidet. Den andre kommentaren går på det forslaget som er omdelt, frå SV. Senterpartiet kjem heller ikkje til å stemme for det. Eg er saksordførar for Meld. St. 8 for 2015–2016, om eksportkontroll, og eg meiner den diskusjonen som høyrer til det forslaget som er lagt fram, må inn i arbeidet med stortingsmeldinga. Me vil difor ikkje støtte det i dag, sjølv om me er samde i innhaldet og

Denne regjeringen har lagt på plass i utgangspunktet 2,9 mrd. kr, men etter at tilleggsproposisjonen kom, er vi nede på 2,69 mrd. kr. Jeg er fra Skogn i Nord-Trøndelag, men såpass greier jeg å regne ut at her er det en differanse på 0,7 mrd. kr, eller 700 mill. kr. Og meg bekjent har ikke Arbeiderpartiet eller andre vært i kontakt med regjeringen for å bidra til å løfte dette budsjettet med 700 så det kan da umulig være Arbeiderparti-tiltak som ligger i dette forslaget. Jeg vil også vise til side 25 i innstillingen, under kapittel 118, nordområdetiltak med verre – med mer . «Med verre» kan det også sies, for noen i Arbeiderpartiet synes kanskje det er ille at man nå får gruvedrift der oppe, som vil gi store ringvirkninger i Finnmark – masse arbeidsplasser. er sikkert mange i Arbeiderpartiet som er bekymret for det også, at vi nå har gitt en tillatelse til det. Men la meg sitere fra side 25 i innstillingen, for der står det: «Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, støtter regjeringens offensive nordområdepolitikk som vil sikre tydelig nasjonal tilstedeværelse, bærekraftig forvaltning av naturressursene, styrking av miljøvernberedskapen, søk- og redning, utbyggingen av infrastruktur og ivaretakelse av norske interesser.» Dette vil altså Arbeiderpartiet ikke være med på, de var imot det i innstillingen, og så står man her og sier at man vil satse mer enn regjeringen. Man skal høre mye! Men jeg tror nok at de offensive og positive signalene vi nå får fra nordområdene og fra hele Nord-Norge, de vil vi se mer av, bare denne regjeringen får ro og fred til å jobbe videre med det.

departementer. Mye av hensikten med den er å frigjøre midler som kan brukes til prioriterte områder. I 2016-budsjettet har Forsvaret så avgjort vært et av de prioriterte områdene, så vi har også hentet tilbake fra den potten med penger som ligger der. Så vil jeg også si – som representanten Simensen også sa – at det vi har fått til når det gjelder kampfly, 3,8 mrd. kr i år, er en varslet økning. Det kan man gjerne si, men jeg kan love representanten Simensen at det å finne – som han helt sikkert er godt kjent med – i et budsjett de 3,8 mrd. kr som ellers kunne ha vært brukt til samferdsel eller til høyere utdanning, krever en bevisst prioritering fra regjeringa, og det har vi valgt å gjøre. Når det gjelder nordområdene, mener jeg det er viktig å understreke – for det har ikke vært så mye framme i debatten – det perspektivet at selv om vi har suspendert vårt bilaterale militære samarbeid med Russland, opprettholder vi det på enkelte områder, både av praktisk og av pragmatisk art: kystvakt, grensevakt, søk og redning, Incident at Sea-avtalene. Vi deltok i – sammen med de sju andre arktiske kyststatene – å etablere Arktisk kystvaktforum 30. oktober i år, Norge og Russland inkludert. inkludert. Vi har også en åpen linje mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten. Det gjør vi nettopp fordi vi ønsker å samarbeide på de områdene der det er viktig for folks trygghet, der det er viktig for en gjensidig interesse vi har. I tillegg velger vi å prioritere den operative aktiviteten i nord. Vi Vi har vridd mye av den operative aktiviteten i Forsvaret nordover. Vi kommer til å ha flere og lengre tokt med MPA. Vi har en kystvakt som skal prioritere seiling i nord. Vi styrker etterretningstjenesten betydelig, noe som har stor betydning for nordområdene. Alt dette er tiltak som til sammen bidrar til en veldig sterk nordområdeprofil i forsvarsbudsjettet. Det mener vi er viktig, for det ivaretar våre interesser på en god måte. Det er en ny sikkerhetspolitisk situasjon, det er en endring, som vi må ta inn over oss i det vi gjør. I budsjettet har vi fremmet en rekke satsinger på Forsvaret. Det er en betydelig og reell økning. Likevel er det utfordringer – og det har jeg aldri lagt skjul på at det er. er. Også tiltakene som er fremmet etter at budsjettforslaget ble lagt fram i oktober, inkludert økte effektiviseringskrav og konkrete reduksjoner, vil selvsagt få konsekvenser. Dette er ting vi følger løpende gjennom budsjettåret. Det kan bl.a. gjelde forhold knyttet til valutakurser – som er utfordrende for tida – og vedlikehold. Jeg har vært åpen om at forsvarssektoren trenger både en omprioritering av ressurser og mer ressurser. Vi står overfor store, viktige og vanskelige valg i den langtidsplanen som blir lagt fram i

av de landene som man mener har disse grove bruddene, antar jeg at det er Saudi-Arabia som er det landet man er mest opptatt av, hvor det var 2,4 mill. kr i fjor – selvfølgelig et sjenerende og stort tall. Men det man eksporterer, er altså det som kalles kategori B-materiell. Det er alt fra hjelmer til sanitetsutstyr til enkelte komponenter. Det er den typen ting man eksporterer – det er det som går under kategorien forsvarsmateriell. Når man fremmer et forslag, må man først sette seg inn i hva det er man snakker om, hvilke land snakker man om, skal man lage det generelt, og hva er konsekvensen av det man foreslår. Har partiet SV virkelig gått inn og sett på: Hva vil konsekvensen være av det de gjør? Hva vil konsekvensen være for våre allierte? Samarbeidsprosjekter vil kunne legges på is. Mange arbeidsplasser går tapt. Hvilken ingeniørkunnskap forsvinner? Hva med samarbeidet mot FFI? Har de gått inn i alle disse detaljene før de fant denne setningen – i hui og hast? Eller er det som egentlig bare er for å vise et politisk poeng, som er formulert på en svak måte, som ikke er korrekt, og som dessuten ikke stemmer overens med hva vi faktisk eksporterer? Poenget er avvist. Representanten Øyvind Halleraker har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,
det nettopp hensyn vi her i huset ikke kjenner, som ligger til grunn for den stemmegivning som ble gjort. For meg forholder det seg slik at et langsiktig forbud kun vil være mulig etter gjensidig irreversibel og verifiserbar nedrustning. Utvikling av troverdige verifikasjonsordninger til dette formål er dermed en forutsetning – slik jeg ser det – for en verden uten kjernevåpen. Det er også NATOs uttalte strategi, og det er en strategi vi har stått sammen med Arbeiderpartiet om i mange, mange år. Representanten Marit Nybakk har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

vi ikke er med i merknaden. Vi viser for øvrig til at regjeringen og samarbeidspartiene har nedjustert sin satsing på nordområdene i innstillingen. Vi etterlyser en sterkere prioritering av nordområdepolitikken fra regjeringens side og foreslår en tilleggsbevilgning. Så kunne det vært fristende – men merknaden nå er kort – å gjenta det som er blitt sagt tidligere i dag av flere av Arbeiderpartiets talere om forholdet til Russland og behovet for en dialog i nordområdene for å opprettholde og styrke det samarbeidet som tross alt er over grensen mellom Norge og Russland.

men det er ikke noen tvil om at vi også fremover må konsentrere enda mer av vår politikk mot det å håndtere både sårbare stater og sikkerhetsutfordringer i vår nærhet som rykker inn i Europa. Det er stort alvor knyttet til dette. Det er også sånn at terrorisme, terrororganisasjonen ISIL og andre ekstremister, ikke lenger bare er et problem for de områdene de opererer i – ta f.eks. Syria og Irak. Dette er noe vi også må håndtere i vår del av verden. Det som jeg merker under debatten her, er at det er et økende fokus på dette med sårbare stater og konfliktområder og hvordan vi på et tidligere tidspunkt skal kunne komme inn og forhindre at stater ender i kollaps, som vi nå opplever i Syria. Syria. Syria var et mellominntektsland for fem år siden. I dag er det den rene humanitære katastrofen. Hvis den krigen nå bare fortsetter å trappes opp, er det 18 millioner syrere igjen inne i Syria. Det er fire millioner som har flyktet så langt. Det er nesten ikke rent drikkevann igjen, slik at der er forholdene ødelagt. Det er nesten ikke medisiner igjen, og det er nesten ikke mat igjen. Hvordan skal vi hindre at nye land kommer i den typen situasjon?

vært gode innspill knyttet til de bistandspolitiske prioriteringene. Jeg mener at selv i en krevende situasjon hvor vi måtte øke omprioriteringene i bistandsbudsjettet til også å ta oss av flyktninger og asylsøkere som har kommet til Norge, greide vi å opprettholde et budsjett – hvis man holder den satsingen utenom – hvor Norge fortsatt er, etter Luxembourg, det landet i verden som bruker mest kroner per innbygger til bistand. Med de påplussingene som kom nå i forbindelse med det gode budsjettforliket, er vi igjen helt i verdenstoppen, og det bør vi være. Det er tilpasset de utfordringene vi står oppe i.

Så vil jeg ikke gå inn i en polemisk debatt nå om hvor alvorlig menneskerettighetsbruddene skal være. Jeg antar at man forstår intensjonen med forslaget, og Tybring-Gjedde påpekte en åpenbar kandidat, nemlig Saudi-Arabia. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1–5. Norge har ønsket å være en av Den asiatiske investeringsbankens grunnleggere og undertegnet avtalen om opprettelse i

Norges andel av grunnkapitalen på 100 mrd. amerikanske dollar er på 0,55 pst., dvs. 550 mill. amerikanske dollar. Bankens hovedformål er å fremme bærekraftig utvikling og regionalt samarbeid i Asia gjennom investeringer i infrastruktur. Selv om fattigdomsbekjempelse ikke er en eksplisitt målsetting for banken, må vi forvente at investeringer i infrastruktur vil være et bidrag til en utvikling som innebærer økonomisk vekst og dermed mindre fattigdom. Det er reist bekymring om hvorvidt banken vil legge seg på internasjonalt anerkjente standarder for moderne multilateral bankvirksomhet. Jeg tror ikke det er grunnlag for en slik bekymring. Både bankens interimssekretariat og de kinesiske initiativtakerne understreker at man ønsker en bank basert på beste standarder som foreligger, og komiteen legger til grunn i innstillingen at det følges opp. Komiteen legger videre til grunn at Norge i bankens organer vil arbeide for at internasjonal god praksis, antikorrupsjon, sosiale og miljømessige sikkerhetsmekanismer og anstendige arbeidstakerrettigheter legges til grunn for virksomheten. Komiteen støtter også regjeringen i synet på at norsk deltakelse i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur representerer et signal om at Norge ønsker en god relasjon til Kina. Jeg synes, president, at denne saken, selv om det er en enstemmig innstilling, er av slik viktighet at den ikke burde passere Stortinget uten noen ord med på veien. Det er presidenten enig i, men flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6, så det blir med det ene innlegget. Jeg synes denne saken er i

Hovedmålsettingen med avtalen om handelsfasilitering er å legge til rette for enklere, raskere og billigere handel. Prosedyrer og regler for grensepassering skal standardiseres, forbedres og forenkles. Dette skal gi mer åpenhet og informasjon, færre skjemaer, kortere køer, mindre byråkrati og mindre korrupsjon. Avtalen har en sterk bistandskomponent som vil sørge for at utviklingsland, og spesielt de minst utviklede landene, får både tid og hjelp til å modernisere sine prosedyrer og regler for å møte forpliktelsene som ligger i avtalen. Ineffektivitet ved grensepasseringer, byråkrati og korrupsjon har fått stadig større betydning som handelshindringer etter hvert som tolltariffer er bygget ned, og representerer betydelige kostnader for eksportører, importører og forbrukerne. I noen tilfeller brukes det også som proteksjonistiske tiltak. For Norge vil handelsfasilitering kunne få stor betydning, spesielt for fiskerinæringen, der 95 pst. av produksjonen eksporteres. Raskere behandling og færre krav ved grensepasseringene vil ha stor betydning for eksport til land utenfor EØS-området. Protokollen må godkjennes av to tredjedeler av WTOs medlemmer for at den skal tre i kraft. Dagens vedtak innebærer at Norge vil ha gjort sitt.

sense

Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det satt frem to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Marit Nybakk på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 2, fra Rannveig Kvifte Andresen på vegne av Sosialistisk Venstreparti Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti. Presidenten gjør oppmerksom på at det er omdelt en endret versjon av dette forslaget,